Men jeg

Før Stortinget går til votering, vil presidenten opplyse om følgende: Alle innstillingene er publisert på salappen. I tillegg ligger finanskomiteens innstillinger om koronatiltak som ble avgitt i formiddag, tilgjengelig i papirversjon i salen. Når det gjelder voteringen, vil presidenten legge opp til at avstemningsmåten ordnes etter forretningsordenens § 60 a: at presidenten oppfordrer de representanter som er for eller imot et forslag, om å reise seg. Presidenten kan også la foreta kontravotering.» På den måten trenger ikke representantene benytte voteringsknappene, og dermed heller ikke være avhengig av å sitte på sine faste plasser. Presidenten vil nok en gang anmode om at representantene setter seg i passende avstand fra hverandre. Presidenten kommer til å ta denne voteringen ganske

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Videre var innstilt: Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å forlenge innkrevingen av bompenger i Samferdselspakke for

Det er forslagene nr. 1–8, fra Hadia Tajik på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt forslagene nr. 9 og 10, fra Hadia Tajik på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt forslag nr. 11, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt forslagene nr. 12–17, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Rødt forslag nr. 18, fra Hulda Holtvedt på vegne av Miljøpartiet De Grønne og Rødt forslagene nr. 19 og 20, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

overskrift og lovene i sin helhet. Lovvedtakene vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Dermed er